gå til votering, og vi voterer først over resterende saker fra torsdagens kart. Under debatten er det satt fram i alt ti forslag. Det er forslagene nr. 1–3, fra Tellef Inge Mørland på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 4, fra Tellef Inge Mørland på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet forslag nr. 6, fra Åshild Bruun-Gundersen på vegne av Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 5 og 10, fra Tellef Inge Mørland på vegne av Arbeiderpartiet

Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Kristelig Folkeparti har varslet at de vil stemme imot. Sosialistisk Venstreparti skal stemme for innstillingen. Sosialistisk Venstreparti skal stemme for? Og Senterpartiet? – Da foreslår presidenten at vi går til votering, og så stemmer dere slik deres parti har

forslag nr. 9, fra Kari Kjønaas Kjos på vegne av Fremskrittspartiet forslag nr. 11, fra Nicholas Wilkinson på vegne av Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 12, fra Sveinung Stensland på vegne av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti Forslag nr. 12, fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti ble under debatten endret og lyder nå: «Stortinget ber regjeringen etablere palliativ medisin som en medisinsk spesialitet, eller som gir en formalisering av kompetanse i palliativ medisin med status som medisinsk spesialitet. Muligheten for å bygge på læringsmål/innhold fra ulike spesialiteter skal inngå i etableringen av den nye spesialiteten. Som en følge av dette må det opprettes kliniske utdanningsstillinger.» Presidenten oppfatter at dette forslaget kommer til erstatning for innstillingens IV, som bortfaller.

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Videre var innstilt: Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har varslet at de vil stemme imot. Sakene nr. 11 og